det andre storting i inneværende valgperiode. Presidenten vil benytte anledningen til å knytte noen kommentarer til virksomheten i den sesjonen som nå ligger bak oss. Stortinget hadde 392 saker til behandling i sesjonen 2014–2015. Presidenten vil kort nevne noen av de mest sentrale: oktober 2014 vedtok Stortinget lovendringene som var nødvendige for å innføre alminnelig verneplikt i Norge som omfatter begge kjønn. Nærpolitireformen ble behandlet og vedtatt 10. juni i år. 19. juni i år vedtok Stortinget representantforslaget om økt innsats i forbindelse med den humanitære krisen i Syria og nærområdene. Representantforslaget var basert på det som i offentligheten er omtalt som Videre har Stortinget drøftet store reformer i samferdselssektoren og behandlet stortingsmelding om kommunereform. Stortinget har behandlet 5 grunnlovsforslag i denne sesjonen, men det var kun forslaget om domstolenes prøvingsrett som fikk det nødvendige grunnlovsmessige flertall. Stortinget har i løpet av denne sesjonen avholdt 95 møter. Regjeringen har fremmet 196 saker for Stortinget, fordelt på 66 stortingsproposisjoner, lovproposisjoner samt 7 kombinerte proposisjoner og 38 stortingsmeldinger. I tillegg er det holdt 10 redegjørelser. Stortingsrepresentantene har fremmet 147 representantforslag. Vi ser også en tydelig tendens til at antallet anmodningsvedtak øker med mindretallsregjeringer. Stortinget gjorde hele 192 slike vedtak i inneværende sesjon. I sesjonen 2013–2014 var tallet 79. Antall spørsmål til den ordinære spørretimen har vært 201, mens det har vært 156 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen. Regjeringen har i tillegg besvart 76 interpellasjoner. Skriftlige spørsmål til regjeringen er på nåværende tidspunkt 1 484. Det er omkring 200 flere enn i forrige sesjon. Stortinget har også avholdt to initiativdebatter. Den nye debattformen ble tatt i bruk for første gang 7. april 2015. Først ut var arbeids- og sosialkomiteen, som tok initiativ til en debatt om virkningene av uførereformen. Etter initiativ fra familie- og kulturkomiteen ble det den 26. mai avholdt debatt om pressefrihetens vilkår i Norge. Til slutt vil presidenten takke alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk, for innsatsen, og jeg erklærer herved forhandlingene i det 159. storting for avsluttet. Presidenten ber om at representantene skriver under Stortingets protokoll som blir fremlagt på bordet her foran.